Ingen har bedt om

gi en rask stemmeforklaring – det gjelder forslag nr. 2. Med bakgrunn i sakens behandling legger vi til grunn at den økte bostøtten som Stortinget nå skal vedta, kommer mottakerne til gode i tråd med intensjonen. Vi har også forstått det slik at et eventuelt flertall for forslag nr. 2 vil kunne medføre endringer i regelverket, og det mener vi ikke er hensiktsmessig i akkurat denne saken.